som bidrar og slåss for kjente terrororganisasjoner, er det ikke noen tvil. Der påhviler automatisk et straffansvar man er nødt til å ta, og som man er nødt til å følge opp. Interpellanten har også fokusert på straffeloven § 147. Det synes jeg er riktig og viktig. Den har etter mitt skjønn i alle fall én utfordring. Det er sånn at den ble brukt etter 22. juli 2011. Man fant ut at det som skjedde da, ikke var en terrorhandling, fordi man må inngå et forbund – man må være flere enn én. Den loven fanget ikke opp soloterrorister. Det regner jeg med er noe Stortinget har sett henimot tidligere, og som justisministeren er seg bevisst i arbeidet han videre skal forestå. Hvis man går tilbake og ser på prosessen da loven ble vedtatt, er jeg rimelig fornøyd med at Fremskrittspartiet i sine kommentarer til § 147 den gang påpekte at for oss var det ikke antall personer, men alvorlighetsgraden som burde avgjøre om loven kunne brukes eller ikke. Det sto vi alene om den gangen. Det burde flere sluttet seg til. Jeg er veldig fornøyd med at vi faktisk gjorde det. Så oppfatter jeg at justisministeren i sine svar til interpellanten har påpekt noen av paradoksene som ligger der, at man må balansere flere forhold samtidig. Man kan godt hindre utreise til en del land, men hva om det skjer gjennom flere transittland? Hvordan skal man klare å følge opp og kontrollere det? Etterforskningsmessig vil det også føre til store utfordringer – jeg, justisministeren og interpellanten har vært inne på det. Vi har en ambisjon og et ønske, men målet å komme seg dit tror jeg ikke er det enkleste. Jeg tror heller ikke at et automatisk løser alle problemer. I noen tilfeller er det sånn at man ikke skal være naiv, men man skal skynde seg sakte og ikke tråkke på en del av de demokratiske prinsippene som vi ellers er så stolte av. Takk til interpellanten og til statsråden. Interpellanten reiser på en god, systematisk og kunnskapsrik måte en viktig debatt, og statsråden gir et reflektert og godt svar på en viktig samfunnsutfordring. Det er Takk til interpellanten og til statsråden. Interpellanten reiser på en god, systematisk og kunnskapsrik måte en viktig debatt, og statsråden gir et reflektert og godt svar på en viktig samfunnsutfordring. Det er bare knapt et år siden Stortinget vedtok omfattende endringer i straffeloven som gjorde forberedelser av terrorhandlinger straffbart. Saken ble grundig behandlet, og den fikk bred tilslutning i debatten og voteringen 13. juni i fjor. For Høyre var det særlig tre prinsipielle forhold vi vektla i vår behandling av saken den gangen: For det første at vi med lovendringene kriminaliserte en ganske lang rekke nye handlinger. Videre førte lovendringene til at vi flyttet tidspunktet for når det straffbare forholdet inntrer, tidligere fram i handlingsrekkefølgen. For det tredje vektla vi intensjon og forsett i selve vurderingen av om det foreligger et straffbart forhold. Dette var et spørsmål vi i Høyre brukte mye tid på å vurdere, fordi disse forholdene både var og er viktige prinsipielle temaer som naturligvis også må ses opp mot grunnleggende forhold som rettssikkerhet og personvern – som man har vært inne på i flere av innleggene tidligere. Her la vi i Høyre avgjørende vekt på at både Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 7 og legalitetsprinsippet nedfelt i Grunnloven – vår egen grunnlov – § 96 inneholder et krav om at staffebestemmelser må beskrive det straffbare forholdet med en presisjon som i rimelig grad gjør det mulig å forutse hvilken atferd som er straffbar. Hvordan dette kravet skal forstås, har betydning for hvor konkrete straffebestemmelsene som gjelder kriminalisering av forberedelser til terrorhandlinger, kan utformes. Etter Høyres mening ivaretok de nevnte lovendringene denne beskrivelsen. Derfor støttet Høyre forslagene, og vi mener at dette vil bidra til å forhindre, og ikke minst forebygge, alvorlige anslag mot det norske samfunnet. Jeg slutter meg helt og holdent til statsrådens presisering av at dette er en sak vi i øyeblikket ikke kan sette noen sluttstrek eller trekke noen endelige konklusjoner for. Dette er en sak og et tema som er under utvikling, og hvor vi ikke kan avfeie at nye tiltak må vurderes. Fra Høyres side vil vi følge denne utviklingen svært nøye. Jeg slutter meg til interpellantens tilnærming, hvor det særlig er to spor, to strategier, vi må For det første er det en strafferettslig strategi. Det er viktig å få flest mulig faglige innspill. Vi har dyktige fagetater i Norge som følger situasjonen og utviklingen nøye, og vi må lytte til de signalene de gir. Her pekte statsråden selv på PST som en viktig faginstans som har dette som et av sine viktigste arbeidsfelt. Den andre strategien, som interpellanten også har pekt på, er å arbeide med forebyggende strategier utenfor strafferetten, slik at vi tilrettelegger for at lokalsamfunn, familie, nærmiljøer og samfunnet generelt kan bli enda flinkere til å avdekke intensjonen på et tidligere tidspunkt, og komme dette i forkjøpet. Både en strafferettslig strategi og en forebyggende strategi vil fra Høyres side være viktig å understreke i det videre arbeidet med denne viktige saken. Jeg vil takke interpellanten for å løfte en veldig viktig og alvorlig sak. Nordmenn har med helt ulik personlig og politisk motivasjon mange ganger i Norges historie reist til utlandet for å delta i kriger, alt fra borgerkrigen i Spania til vinterkrigen i Finland og på østfronten under annen verdenskrig. Historien dømmer disse nordmennenes innsats svært ulikt, det er også naturlig. Krigen i Syria er blant de mest grusomme først og fremst for den syriske sivilbefolkningen, som opplever enorme lidelser. Stadig blir tilgangen på mat svekket, og verden lukker stadig øynene for overgrepene som skjer. Det er det viktig at vi husker når vi diskuterer Syria, selv om inngangsvinkelen i dag er en annen. Det er et ganske høyt antall nordmenn som har valgt å reise til Syria for å delta i krigen. Dette er en sammensatt gruppe, de har ulike motiver for å reise. Partene i krigen blir stadig mer polarisert, flere opprørsgrupper kjemper nå imot hverandre, og det er klart at konflikten har fungert som en magnet for ekstremister og utnyttes i stor grad av store ekstreme bevegelser. Over tid har omfanget av personer som ser på sin deltakelse i krigen som en form for hellig krig, økt. Thomas Hegghammer ved Forsvarets forskningsinstitutt har sagt at Norge har en av Europas største kontingenter til Syria hvis man korrigerer for folketall. Han mener at tre ulike motivasjoner ligger bak jihad-reisene til Syria. Det første er politisk sympati med opprøret. Det andre er religiøs overbevisning om at det er en plikt. Det tredje er psykologiske behov som eventyrlyst og opprørstrang. Han sier: «Eventuelle sanksjoner må være tilpasset hver enkelt persons handlinger. Det betyr at man trenger god etterretning på dem som kommer tilbake. Man må vite hvem de er, hva de har gjort, hvem de har kjempet med i Syria og hva de gjør når de kommer hjem.» Han er derfor av den grunn også skeptisk til å straffeforfølge alle som kommer tilbake med krigserfaringer fra Syria. Vi må alle på det sterkeste advare mennesker mot å slutte seg til ekstremistiske bevegelser. Vi vet at fundamentalistiske ideologer jobber aktivt i Norge med å rekruttere krigere. Denne trafikken er farlig, og den må stoppes. Den ideologien som nå spres av enkelte ekstreme islamister i Norge, skal ikke forsvares, den skal bekjempes. Miljøer som Profetens Ummah sverger til religiøst diktatur, de hyller voldsbruk, og de forleder norske ungdommer til en forferdelig skjebne – ungdommer som har så mye å gi og så mye å leve for, hvis de får litt hjelp til å velge en annen vei. De ekstreme islamistiske miljøene i Norge er små. De representerer ikke noen politisk kraft som kan få innflytelse eller betydning i Norge eller blant norske muslimer. Men erfaringen med høyreekstreme krefter er at små miljøer likevel kan være farlige. Det vet vi så altfor godt i Norge. Alle som står fram som tilhenger av diktatur og voldsbruk, uansett hva slags bakgrunn de har og hva slags ideologi de påberoper seg, Det er bra at myndighetene følger dem tett, og det er viktig at vi alle er tydelige og tar til motmæle. I Danmark, som andre talere også har vist til, har man lyktes godt med aktiv oppfølging av vold og ungdom i ekstreme grupper og foreldrene deres. Det minner veldig om programmet norsk politi lyktes veldig godt med da 1990-tallets nynazistiske og høyreekstreme miljøer i Norge langt på vei ble oppløst og ufarliggjort. Det forebyggende arbeidet er over tid det klart viktigste. SV la i 2012 fram seks tiltak mot ekstremisme. De ligner ganske mye på dem også Europakommisjonen nylig har foreslått. Det er exit-tiltak for å få ungdom ut av miljøene. Det er forebygging gjennom barnevern, skole, inkludering og psykiatri – den myke beredskapen som vi ikke diskuterer fullt så mye, men som er desto viktigere. Det er strengere våpenkontroll. Det er en sterk fokusering på ekstreme miljøer, herunder islamistiske miljøer. Det er å balansere sikkerhet med personvern, og det er flomlys på ekstreme miljøer i offentligheten. Vi må være tøffe mot ekstremistene og mot årsakene til ekstremisme, og vi har ikke en eneste norsk ungdom å miste til hatets ideologier. ideologier. Debatten har vist at statsråden vil ha bred støtte for de adekvate tiltak som han måtte ønske å fremme for Stortinget. Siden det var en referanse til en ekspert, nemlig Thomas Hegghammer: Jeg mener at samtlige av de forslag han har lansert offentlig, er verd å studere nærmere, uten at jeg her og nå kan si at jeg vil ta hele viften av tiltak. Men det som var tiltalende, var at det var en så sterk vekt på forebygging. Hvis det blir slik at folk ved gjenkomst må følges opp gjennom ganske omfattende overvåking, er det et tegn på at vi ikke har lyktes med forebyggingen. Jeg har registrert en samstemthet i debatten, og jeg vil benytte anledningen til å takke mine medrepresentanter for den interesse de har vist saken ved å delta med reflekterte innlegg i debatten. i debatten. La meg også få lov til å takke for en reflektert og god debatt om et viktig tema. Jeg synes egentlig det er godt å registrere at vi deler virkelighetsoppfatning og virkelighetsbilde på et område som er så viktig som dette. Jeg har lyst til å peke på at det er helt riktig når interpellanten avslutter med å si at når disse tidligere Syria-farerne er i PSTs søkelys, er det en dokumentasjon på at vi ikke har lyktes med det vi egentlig burde lykkes med, nemlig forebygging. Derfor vil jeg igjen vise til den planen som regjeringen nå legger frem før sommeren, en egen handlingsplan mot radikalisering registrerte med en viss undring at representanten Asphjell kunne meddele at den forrige regjeringen hadde fattet et sådant vedtak. Det er ikke jeg kjent med. Men den forrige regjeringen hadde en egen plan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, og det er denne planen som PST egentlig signaliserer at man må ta noen steg vekk fra for å bli mer konkret og ha det jeg tror PST kalte et taktskifte. Denne nye planen skal da forhåpentligvis representere et taktskifte i det forebyggende arbeidet.

hva de har begått av handlinger. Det som er straffbart, skal i utgangspunktet straffeforfølges, men det er etterforskningsmessig svært komplisert. Jeg har til slutt lyst til å si at Serigstad Valens innlegg også var et reflektert og godt innlegg i forhold til helheten. Jeg tror mange av de tiltakene som han nevnte, også er tiltak som det er veldig bred politisk støtte for. for. Jeg merker meg at det er veldig stor enighet om denne tosporede strategien som også komiténestlederen Anders B. Werp var inne på i sitt innlegg, om at forebygging i et bredt perspektiv er utrolig viktig, men at det også er viktig å sikre det strafferettslige sporet. Jeg ser frem til at vi også i fremtiden skal ha slike reflekterte debatter, og da også knyttet til forslag fra regjeringen om hvordan man skal gjøre dette enda bedre enn i dag.

Det er derfor viktig å sjå på opplæringa og grunnutdanninga dei gjennomfører. Eit viktig grep vil vere å få plass eit felles utdanningstilbod med vekt på samvirket mellom naudetatane. I Noreg i dag blir beredskap heftig diskutert på mange nivå. Korleis skal vi organisere oss, kor store ressursar trengst, og kor er det viktig å vere stasjonert, er tema som går igjen. Men eit sentralt tema er også korleis ein konkret Politi, helse, brannvesen, heimevern, sivilforsvar og fleire har viktige funksjonar når ei ulukke og ein alvorleg situasjon oppstår. Dei må kunne kommunisere godt for å løyse oppdraga optimalt. Når ein skal redde liv, er det ikkje rom for misforståingar og unødvendig forvirring om ansvarsoppgåvene. Den tragiske hendinga med brannen i Lærdal viste kor viktig nettopp samhandling er. Naudetatane i Noreg held eit svært godt og høgt fagleg nivå. Dei har alle gode utdanningsløp som set dei i stand til å utføre oppgåvene sine. Dette er dedikerte menneske som kvar dag går på jobb for å gjere kvardagen vår tryggare og redde liv. Når ulukka rammar oss, skal vi vite at vi får den beste hjelpa. Men vi må spørje oss korleis rolleforståinga mellom etatane er: Kan den bli betre? Og vil hjelpa vi får, i så fall også kunne bli betre?

Den norske modellen er basert på at vi har ein sektorovergripande kriseberedskap. Kvar enkelt naudetat har forskjellig taktikk, men i fellesskap skal dei oppnå den optimale beredskapen i gitte situasjonar. Korleis kan ein gjera dette endå betre? Vi i Senterpartiet meiner at eit særleg viktig skritt på vegen er å etablere eit sektorovergripande utdanningstilbod på høgskulenivå, som kan styrkje denne rolleforståinga. Kurs og liknande kan ein alltids arrangere, men det er viktig å få dette inn i formaliserte rammer og unngå at ein er avhengig av lokale eller regionale initiativ. Det vil innebere eit klårt framskritt om ein gir politiutdanna personell, ambulansearbeidarar og brannmenn høve til å ta eit kort felles studium kor denne problematikken er sentral. Dette handlar om at dei som rykker ut til ein skadestad, i størst mogleg grad skal kunne sjå det same bildet når dei kjem dit, med mål om å gjere gode taktiske vurderingar og å handle synkronisert og effektivt. I og med at det ikkje eksisterer eit felles opplæringstilbod – kall det gjerne eit «samvirkefag» – i utdanningsinstitusjonane som tilbyr studiar til redningsetatane, er det rimeleg å anta at føresetnadene for å etablere felles mentale modellar er små. Ei felles forståing av kva slags grunnleggjande taktiske utfordringar som finst på ein skadestad, vil gjere at arbeidet sannsynligvis skjer raskare og med eit betre samspel mellom dei ulike aktørane, enn om ein ikkje har denne felles forståinga. At ein ikkje har vore gode nok på dette området, blir illustrert ved at ein i dag opererer med ei redningshandbok frå 1980. Det er behov for å etablere ein nasjonal standard for samvirke og skadestadstaktikk i nødetatane. Etter det eg kjenner til, har det vorte teke initiativ både frå ambulansetenesta og Politihøgskulen til å som eit felles studium. Det er uttrykt eit sterkt ønske om at eit samvirkefag må inn i høgskuletilbodet. Det er viktig at eit slikt fag er ein del av grunnutdanninga til nye kandidatar, men også at dei som praktiserer i dag, kan nyttiggjere seg slik kunnskap. Derfor er det interessant å høyre frå justis- og beredskapsministeren kva slags tankar han har om dette. For å få kontinuitet og få etablert gode fagmiljø er vi avhengige av at Samfunnet utviklar seg. I takt med denne utviklinga vil også skade- og ulukkesbildet kunne endre seg. Fleire skarpe situasjonar kan oppstå, og skadeomfanget kan vere enormt. Naturkatastrofar vil også komme frå tid til anna. I kritiske situasjonar er det viktig at dei som hindrar, reparerer og kjempar mot, er trygge på kvarandre sine roller og kunnskap og at dei har ein grunnleggjande tillit til kvarandre. Eg håpar regjeringa vil gi eit klårt signal til relevante utdanningsinstitusjonar

studium raskt. La meg først få takke representanten Jenny Klinge for en god interpellasjon. Som representanten bemerker, er samarbeid og samvirke mellom nødetatene ekstremt viktig og kanskje avgjørende for god håndtering av ulykker og andre store hendelser. Regjeringen er opptatt av å ha et så godt som mulig samvirke mellom nødetatene, og derfor fokuseres det også kontinuerlig på tiltak som kan bidra til vi hatt en tradisjon hvor nødetatene – som veldig mange andre offentlige etater – har vært mest opptatt av at det skal se greit og fint ut i deres egen grøft, uten å se hva slags kompetanse de kan dra nytte av ved å se hverandre og se hverandres ressurser. Det er et av de tiltakene som denne regjeringen umiddelbart etter regjeringsskiftet tok tak i, nemlig at en skal opp av egne grøfter og se hverandres ressurser for å se hvordan en skal samhandle bedre og dra nytte av den kompetansen som er på tvers av nødetatene. Vi har blitt rammet av en rekke alvorlige hendelser de siste årene – terrorangrep, skogbrann, storbrann, med svikt i telenettet, flom og ekstremvær, for å nevne noe. Dette illustrerer også bredden i noen av utfordringene i samfunnssikkerhetsarbeidet. En av regjeringens aller viktigste oppgaver er å sørge for at Norge er rustet til å håndtere fremtidige kriser på en best mulig måte. En av de største utfordringene i det totale beredskapsbildet er imidlertid at det er mange aktører som ivaretar ulike deler av beredskapen. Det er derfor viktig å ta grep for å sikre en mer helhetlig tenkning rundt beredskap. For å få dette til skal vi se hele samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet under ett og sørge for at politiske vedtak også omsettes til handling i praksis. Skal en forbedre beredskapen tilstrekkelig, er det viktig å se på større helheter fremfor bare å trekke ut noen små biter av beredskapen av gangen. De fire grunnleggende prinsippene for beredskapsarbeid – ansvar, nærhet, likhet og samvirke – er videreført i regjeringens plattform. Av disse prinsippene er ansvar og samvirke løftet frem som overordnet og styrende. Samvirkeprinsippet tydeliggjør regjeringens samlede ansvar for samfunnssikkerhet og For å sikre en best mulig beskyttelse – og utnyttelse – av ressurser på tvers av sektorer er det stort behov for samarbeid på tvers av ansvarsområder. God samhandling mellom ulike beredskapsaktører krever systematisk arbeid og utvikling av kultur og holdninger over tid. Når det gjelder nødetatenes utdanning, er det aller viktigste å sikre at mannskapene får en god og faglig grunnutdanning. Det er samtidig, som representanten Klinge bemerket, viktig at nødetatene har en god forståelse av samarbeidet på tvers. Når det gjelder studium og utdanningsmuligheter på tvers av nødetatene, slik representantens interpellasjon omtaler, finnes det allerede en hel del felles kurs og utdanningstilbud som er relevante med tanke på tverretatlig samvirke og samhandling mellom nødetatene. For eksempel har Politihøgskolen de siste årene utviklet og igangsatt flere nye utdanninger og kurs innenfor begrepet «sivil krise- og konflikthåndtering». Videre er Justissektorens kurs- og øvingssenter i fantastiske Stavern etablert som et operativt senter med øvingsfasiliteter som bl.a. tilfredsstiller de krav som er stilt ved innføringen av nødnett. Øvingsfasilitetene tilrettelegger for samarbeid mellom nødetatene under opplæringen. Et godt eksempel på kurs i bedre samhandling er samvirke på skadestedet. Kurset gjennomføres ved Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter og er utviklet i samarbeid mellom Sivilforsvaret, Politihøgskolen, Helsedirektoratet og Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum og hovedredningssentralene. Primær målgruppe for kurset er personell som innehar faglederansvar eller annen operativ lederfunksjon i etater som normalt deltar ved uønskede hendelser, f.eks. fra brannvesen, politi, helsevesen, frivillige organisasjoner, Sivilforsvaret og Etter endt kurs skal deltagerne være i stand til å gjennomføre operative og taktiske innsatsvurderinger og gjennom en tverrfaglig ledelse samhandle med andre etater. Ellers er jeg kjent med at Politihøgskolen og Forsvarets høgskole gjennomfører kurs i nasjonal beredskap og krisehåndtering. Studiet inngår i masterprogrammet til Forsvarets høgskole og er også et selvstendig utdanningstilbud ved Politihøgskolen. Utdanningen er på statsnivå og gir en praktisk tilnærming til områder der både Forsvaret, politiet og andre trener på ulike scenarioer samtidig. Dette er bare noen eksempler på en hel rekke kurs og utdanningstilbud som har fokus på samvirke. Et annet viktig tiltak for samhandling og for å få en forståelse for hverandres roller er tverrsektorielle øvelser. Sist høst hadde vi bl.a. to nasjonale øvelser: Barents Rescue og Øvelse Tyr. Det gjennomføres også flere øvelser i mindre skala gjennom året. Praktiske erfaringer og lærdom i forbindelse med slike øvelser gjør det mulig for etaten å håndtere fremtidige uønskede hendelser på en enda bedre måte. Neste år skal det også gjennomføres en såkalt fullskalaøvelse. Øvelsen har fått navnet Harbour EX15 og vil basere seg på scenarier knyttet til Sydhavna i Oslo sentrum. Under øvelsen skal beredskapen og samvirket knyttet til ulykker og hendelser i området, testes, og man får mulighet til å se på ulike forbedringspunkter knyttet til samvirket. Som interpellanten bemerker, er god kommunikasjon mellom nødetatene avgjørende for å kunne samvirke godt. Vi er nå midt oppi en satsing med bedre kommunikasjonsløsninger som skal styrke beredskapen og bedre samspillet mellom nødetatene. Nytt nødnett er under trinnvis utbygging og innføring over hele landet, og målet er at det skal bli landsdekkende innen utgangen av 2015. Dette vil gi en klar styrking av beredskapen og krisehåndteringen ved at nødetater og beredskapsetater over hele landet opererer på samme kommunikasjonsplattform. Knyttet til bruken av nødnett er det også etablert felles instruktørutdanning. Kurset har deltagere fra alle nødetatene og er viktig med tanke på å gi instruktørene en felles plattform og en felles forståelse av reglement og rutiner. De nevnte tiltakene viser at regjeringen allerede har et sterkt fokus på beredskap og videreutvikling av samhandling mellom de ulike nødetatene. Regjeringen tar dette ansvaret på alvor og jobber kontinuerlig med å forbedre systemer, slik at samfunnet er best mulig forberedt på fremtidige kriser. Det er også slik at de ulike utdanningsinstitusjonene står fritt til selv å ta initiativ til å utvikle egne fagtilbud, og som jeg har reflektert over i dette svaret, er dette arbeidet godt i gang

allerede. Eg takkar statsråden for svaret. Han er inne på mange vesentlege ting som gjelder dette emnet, og eg er sjølvsagt einig i at det er mykje bra som finn stad allereie, innanfor dei forskjellige studia og kursa som eksisterer. Samtidig er det viktig å leggje vekt på at det ikkje må vere opp til regionale og lokale initiativ i kor stor grad ein får ei felles oppfatning mellom naudetatane av kvarandre sine roller og oppgåver, for dette handlar om den konkrete situasjonen på skadestaden. Ein ting er å kjenne til det ansvaret dei forskjellige har, men noko heilt anna er det faktisk å kunne fungere i praksis når det smeller, og uansett kven som kjem først, skal ein kunne leggje best mogleg til rette for at alle saman kan berge liv. Når det gjeld behovet for eit felles studium, blir ikkje dette til av seg sjølv. Det er mange ulike aktørar som gjer at det er nødvendig å sjå på heilskapen og ta overordna grep, og justisministeren understreka også dette. Ministeren seier at han vil sikre ei god, fagleg grunnutdanning, og han understreka også at god forståing av dette på tvers er viktig. Vi var tre representantar frå justiskomiteen som var i Danmark i februar på ein 112-konferanse som handla om beredskap. Éin ting var at vi fekk høyre ein del frå Danmark, men ikkje minst var det nyttig at det var invitert deltakarar frå Noreg, som heldt innlegg på konferansen, og deltakarar frå Noreg, som heldt innlegg på konferansen, og det var mange deltakarar som var tilhøyrarar, og som vi fekk god kontakt med i pausane. Det er jo gjerne då ein får utveksle mykje kunnskap, og at ein får innspel. Det vi opplevde då, var at folk frå Politihøgskolen, Oslo universitetssykehus, Luftambulansen osv. ga klar tilbakemelding om at det er noko som manglar. I tillegg til det som sjølvsagt er bra, er det noko som manglar, og det er dette felles studiet, som denne interpellasjonen omhandlar.

frå 1980. Til det siste ville det vært veldig fristende for en ny statsråd å svare at det kunne jo representanten Klinge tatt initiativ til i løpet av de åtte årene hennes eget parti satt i regjering, men jeg skal ikke gå i den fellen, selv om jeg var fristet. jeg var fristet. Svaret er egentlig at det skal vi se nærmere på. Jeg er enig i at det fremstår som noe som kan være utdatert, og vi skal ta det med oss videre, og vi skal løse oppgaven på kortere tid enn åtte år. Når det gjelder dette samarbeidet om et felles studium, er jeg litt usikker på hva interpellanten egentlig helt konkret mener at det er behov for, utover de tiltakene som allerede er gjennomført. Det ville vært interessant i interpellantens neste innlegg å få en konkretisering av hvor manglene oppleves å være. Som jeg nevnte i svaret, er det en rekke tilbud som tar høyde for akkurat det interpellanten egentlig er ute etter, og utdanningsløpene i de ulike nødetatene er veldig ulike. ulike. Jeg tror ikke at interpellantens utgangspunkt er at man på en måte skal ha en felles grunnutdanning før man går på sektorutdanningene. Det hadde vært interessant å få en presisering av hva representanten mener at vi bør ta initiativ til. Jeg mener at Politihøgskolen, i samarbeid med en rekke andre aktører, har vært veldig fremoverlent for å sikre både videreutdanningstilbud og samhandlingsperspektivet i opplæringen som Politihøgskolen gir,

og vi er åpne for å se på muligheter som kan bidra til at nødetatene settes enda bedre i stand til samhandling også på skadestedet. Jeg forstår at det er det som er interpellantens hovedutgangspunkt. Det er et viktig perspektiv i en rekke av de utdanningstilbudene og kursene som allerede arrangeres i dag, og kanskje bør man videreutvikle det konseptet ytterligere.

så langstrakt, hvor befolkningen er så ulikt fordelt, og hvor ressursene er så forskjellig fordelt. Derfor er det enda viktigere at vi har et nært og godt samarbeid på disse områdene. Vi ser i dag at det er samarbeid på mange områder, ved både små og store hendelser som rammer oss. oss. Vi opplever hvert år store ulykker og store hendelser, ikke bare i de store byene, men også i mange små kommuner rundt omkring i landet vårt. Da har vi sett at nødetatene og andre instanser – brannvesenet, politiet, ambulansetjenesten, Norsk Folkehjelp, Røde Kors, andre frivillige, Sivilforsvaret og Heimevernet – har samarbeidet. I enkelte tilfeller har de samarbeidet godt, og i andre tilfeller ikke så godt. Vi så det i forbindelse med terrorhandlingen mot regjeringskvartalet 22. juli 2011. Vi så det også når det gjaldt det som skjedde på Utøya, hvor flere nødetater samarbeidet, sammen med frivillige. Det var samarbeid i forbindelse med de tragiske bussdrapene i Årdal. Det var ikke minst samarbeid under de tre store brannene – i Lærdal, i Flatanger og på Frøya. Vi har også sett det i vinter ved flere snøskred var ikke minst samarbeid under de tre store brannene – i Lærdal, i Flatanger og på Frøya. Vi har også sett det i vinter ved flere snøskred – sist ved snøskredet som fant sted i Sunndalsfjellene, hvor fire ungdommer omkom. På alle disse stedene har vi erfart at ulike nødetater, frivillige organisasjoner og Forsvaret har samarbeidet. Men det er viktig at disse aktørene trener. For kort tid siden var jeg i Tromsø sammen med Norsk Folkehjelp og var

både med hensyn til å sikre liv, sikre andre og sikre seg selv, for ytterligere fare og for hendelser som kan inntreffe. Derfor tror jeg det er viktig, som interpellanten tar opp, hvordan man gjennom de ulike studieretningene kan legge til rette – om det så er politiutdanning, ambulanseutdanning eller

Derfor tror jeg det er viktig å trene hver for seg, men også å ha en utdannelse som fokuserer på dette. Jeg har opplevd, i hvert fall det siste året, at kriseberedskapen i mange av kommunene er forholdsvis god. Når det skjer ting, skjer det en god samhandling mellom etatene, men det å fokusere på dette i årene framover vil være viktigere og viktigere, ikke minst i tilknytning til de nye reformene som òg politireformen legger opp til.

til. I forbindelse med denne viktige interpellasjonen har jeg lyst til å minne Stortinget på at Norges brannskole ble vedtatt flyttet fra Oslo til Tjeldsund i 1991. Det er ikke tvil om at det foregår mye god samhandling, trening og kunnskapsoverføring i dag mellom ulike etater – men Norges brannskole – i naturskjønne

og har i stor grad vært med på å bidra til at Norges brannskole har løst sine oppgaver på en meget god måte. Norges brannskole har etablert et nært samarbeid med høyskolene i Harstad og Narvik, og det er av flere omtalt som et viktig samarbeid. Dette samarbeidet har resultert i studieplasser til studiet Bachelor i Internasjonal beredskap. Dette studiet er etterspurt og unikt i nasjonal sammenheng. Høyskolene i både Harstad og Narvik besitter og er viktige leverandører av kompetanse i forbindelse med fagemner som inngår i utdanningen på brannskolen. Universitetet i Tromsø og Universitetet i Nordland har også etablert samarbeid med brannskolen. Det er som sagt blitt opprettet en bachelorutdanning i internasjonal beredskap med støtte fra EU og Utenriksdepartementet. Norges brannskole har òg tatt initiativ overfor Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til til en omlegging av utdanningen sånn at de kan oppfylle endrede krav til oppfølging, evaluering og erfaringsoverføring. Det er derfor nødvendig at en i fortsettelsen av eventuell planlegging av utdanning av personer innenfor nødetater tar med seg den kunnskap og den infrastruktur som er bygd opp rundt

Tjeldsund. Eg vil takke interpellanten for å reise eit svært viktig tema. God beredskap handlar om meir enn lokalisering og ressursar. Det handlar òg om kunnskap, både den teoretiske og den tause kunnskapen. Viktig kunnskap er t.d. kva den enkelte gjer på ein skadestad eller åstad. I tida som kjem, vil kravet til samhandling på tvers av naudetatane auke. Rolleforståinga mellom etatane vert viktigare, kravet til samhandling på tvers av naudetatane auke. Rolleforståinga mellom etatane vert viktigare, krava til rask handling vil auke. Dette er tema som er viktige over heile landet. Det å ha eit godt fagleg fundament, der ein er samordna og koordinert, vil vere nøkkelen til å redde liv og handle effektivt. Det er positivt når det kjem signal frå etatane sjølve at dei ser behovet for utdanningstilbod der samvirke mellom dei er tema. Det gjeld som ein del av grunnutdanninga dei gjennomfører, men òg som vidareutdanning. Innsatspersonellet er vår viktigaste ressurs. På internasjonale beredskapskonferansar vert det ofte peika på kor viktig samordning og kompetansedeling er. Mange land er nok komne lenger enn Noreg her, og me kan ha mykje å lære. Men eg finn òg grunn til å leggje til kor privilegerte me er i Noreg. Me har eit høgt kompetansenivå på tilsette i beredskapseiningane. Det er dedikerte menneske som alle har eit felles mål. Det er å redde liv. I min eigen heimkommune i Lærdal i Sogn og Fjordane fekk me tidlegare i år merke kor viktig det var at naudetatane handla raskt og effektivt, og at det var ei klår rollefordeling og rolleforståing. Dette greidde ein å handtere på ein god måte, noko som medverka til å redusere skadane, og det hindra at liv gjekk tapt. Årsakene til dette kan vere mange, men både frivillige og tilsette i naudetatane handla som dei skulle, og dei gjorde det raskt. Lokalkunnskap var òg viktig, men det at ein kunne dele oppgåver når ein visste kva den enkelte skulle gjere, og kanskje ikkje gjere, var viktig: at ein hadde øvd i lag, at ein hadde kunnskapane, både den teoretiske og den tause kunnskapen som vert overført gjennom samhandling.

høgskulesystemet etter mi meining eit godt spor å ta dette inn i. Som politikarar er det viktig at me legg til rette for fagleg utvikling. Det kan me gjere ved å etablere tilbod tilsette i etatane kan nytte, rett og slett for å få beredskapstankegangen inn i formelle spor. Lovverket set rammene for oppgåvene den enkelte etat har, men ein vil utvikle ei betre forståing for rollene til kvarandre ganske enkelt gjennom å syte for kompetanseflyt og etablere gode tverrfaglege miljø. Eg takkar for debatten. Det er

Eg takkar for debatten. Det er veldig viktig at vi hugsar på at dei aktørane som arbeider innanfor området beredskap og redning, sjølvsagt er forskjellige, men at dei gjer mykje felles òg. Dei skal handtere situasjonane i lag. Dei skal sjølvsagt vete mest mogleg om om det området dei sjølve arbeider innanfor, men også forstå dei andre. Det er ingen tvil om at ei felles forståing vil gjere det mykje meir effektivt på skadestaden, og det vil også føre til at ein kan berge fleire liv. Som eg sa i det første innlegget mitt, har ambulansetenesta og Politihøgskulen som ein del av høgskuletilbodet. Det var akkurat det eg ville leggje vekt på, som eit svar no til justisministeren, som ønskte at eg skulle utdjupe dette nærmare. Det er ikkje for å endre den utdanninga som er, eller den grunnutdanninga som er i dei forskjellige aktørane sitt utdanningstilbod, men for å ha eit felles fag som er obligatorisk, som ein del av grunnutdanninga, slik at ein sikrar at forståinga av kvarandres roller er best mogleg. Det er kjempebra med dei kursa og det utdanningstilbodet som finst, men under den nemnde konferansen i København – konferansen om beredskap, der det var representantar frå politihøgskule og ambulanseteneste osv. til stades – la dei stor vekt på at det faktisk enno mangla noko. Det håpar eg at justisministeren tek med seg frå denne debatten, at sjølv om det finst mange gode kurs, er det noko som manglar som justisministeren gjerne kan arbeide vidare med for å få på plass, slik at redningsarbeidet blir enda betre i åra framover.

åra framover. Jeg vil takke for en god debatt. Jeg er helt enig i at det er viktig å ha et konstant fokus på å videreutvikle og forbedre både kompetanse, utdanning og samvirke mellom nødetatene. Jeg tror det vil være et arbeid som vil pågå konstant. Det er ikke et arbeid en setter sluttstrek for og sier: Nå er vi fornøyd med den tilstanden vi har. Det er en situasjon som må utvikles hele tiden, og det er stadig utvikling av nye kurs, tilbud, etterutdanningsmuligheter og utvikling innen de fagmiljøene som er relevante. Det er helt avgjørende med god samhandling, men jeg har lyst til å understreke – fordi sånne debatter som dette kan noen ganger skape et inntrykk av at situasjonen er dårligere enn den er, er, altså at en må gjøre noen store grep for at samhandlingen skal fungere på skadestedet – at hovedinntrykket i dag er at samhandling på skadestedet fungerer bra. Det betyr ikke at det ikke er forbedringspotensial eller forbedringsmuligheter. Det er helt avgjørende – ikke minst i lys av det som flere av talerne har vært innom, hvor vi står i en situasjon hvor det vil være ulik responstid for ulike nødetater osv. – å sette hverandre i stand til å håndtere et skadested, og at en ikke er så opptatt av egne grenser at det kan påvirke handlingsinitiativet. Mitt hovedinntrykk er at vi har utrolig mange flotte, flinke folk i nødetatene som ofte tar ansvar langt utover det som er grensene for eget fagområde. Det er bra, og da er det vår jobb å bidra til å sette dem i stand til å håndtere det sånn at førstankomne også kan sikre skadestedet og åstedet – på en sånn måte at en føler at en har den kompetansen som skal til for å gjøre den jobben best mulig. Jeg mener at vi har mange gode samhandlingseksempler, men det betyr ikke at vi ikke har et utviklingspotensial. Derfor er denne typen debatter – med innspill til hvordan dette kan gjøres bedre, hvordan en kan øke fokuset på samhandling innen ulike utdanningsløp – veldig viktige. Det er tatt en rekke grep allerede. Så har jeg også lyst til å nevne i avslutningen, sånn at ikke dette bare blir – og det har det ikke blitt, det har vært flere som har vært innom de frivillige – en diskusjon om nødetatenes samhandling: om nødetatenes samhandling: Nødetatenes samhandling med frivillige organisasjoner er også ekstremt viktig. De er en del av ryggraden i vår beredskap. Jeg syntes det var interessant at Asphjell nevnte Tromsø. Der har de et kjempesamarbeid med frivillige organisasjoner f.eks. innen ras. De har en egen rasknapp, hvor frivilliges utrykningsevne og -kapasitet og -hurtighet, ikke minst, langt på vei går utenpå det nødetatene kan gjøre, nettopp fordi de anerkjennes – deres kompetanse til bistand anerkjennes. Jeg tror det er én av de aller viktigste samhandlingseffektene vi kan få – at en anerkjenner hverandres innsikt, kunnskap og evne til å bidra på skadesteder og i ulike situasjoner. situasjoner. Det må stimuleres mellom nødetatene, men også mellom nødetatene og de frivillige organisasjonene. Dermed er sak nr. 8 ferdigbehandlet. Stortinget går da til votering.

neste